har hatt møter med tillitsvalgte eller med ledelsen. Jeg må også si at det er noe ulik oppfatning blant ulike personer, også fagpersoner. Alt dette sier meg at det er en særdeles krevende prosess som nå pågår. Nå har vi en ny ledelse på plass som har vært på jobb i vel en uke. Jeg mener faktisk at både ledelsen og det nye styret, som ble valgt for veldig kort tid siden, må få en mulighet til å jobbe sammen med de tillitsvalgte og de ansatte, for å i omstillingsprosessen og utad mot befolkningen, Det er en stor og krevende prosess som pågår ved Oslo universitetssykehus. Det er vi alle helt klar over. Samtidig er det en god del bekymring knyttet til det som skjer i disse dager, med en del kutt i tilbud innenfor både rus og psykiatri og til barn og unge. Når det gjelder psykisk helse spesielt, har jeg nylig sendt et skriftlig spørsmål til statsråden som hun skal svare på, så jeg skal ikke ta det i dag. Vi leste i Aftenposten for bare et par dager siden at det foregår en stille nedleggelse av barnesykehuset ved Ullevål. Mitt spørsmål er: Har det i forbindelse med fusjonsprosessen ved Oslo universitetssykehus vært planlagt at barnesykehuset og barneavdelingene ved Oslo universitetssykehus rett og slett skulle avvikles, og at barna da skal måtte ligge i voksenavdelinger? Er det en del av prosessen at det skulle bli slik?
Det er mange prosesser som foregår, men selvfølgelig skal barn fremdeles behandles på Oslo universitetssykehus. Mange av funksjonene samles på Rikshospitalet. Jeg får heller komme tilbake i svar hvis det er dette representanten Dåvøy har stilt meg spørsmål om. Jeg har fått mange spørsmål fra Stortinget like før jul, og jeg skal prøve å svare på alle før Når det gjelder rus og psykiatri, er det klart at det også er områder som vi har vært særlig opptatt av at må ivaretas på en god måte. Derfor bygges det opp nye tilbud. Det har vært bygget opp nye tilbud på Aker. En stor del av pasientene som har hørt til Oslo universitetssykehus som lokalsykehus, er overflyttet til Ahus, og noe av virksomheten er flyttet dit. Vi har i tillegg vært gjennom en budsjettprosess, men tilbudet til pasientene skal opprettholdes totalt sett. Det er det som er viktig. Replikkordskiftet er dermed omme. Oslo universitetssykehus har noen av våre beste fag- og De råder over store ressurser med sitt budsjett på 17 mrd. kr og 17 000 ansatte. De leverer gode tjenester for pasienter fra hele landet. Bakgrunnen for omstillingen var begrunnet i flere forhold, men det som er verdt å merke seg, er at det var bred enighet om omstillingen i utgangspunktet. Ingen av forutsetningene som lå til grunn for omstillingen, har endret seg etter at man startet. Tvert imot hører man daglig vitnesbyrd om at det haster å få resultater av omstillingene. Deler av omstillingen har gått for sakte. Her kan jeg nevne bemanningsplaner, IKT-plattform, manglende konkretisering av investeringsprosjekter som eksempler. I dette krevende bildet roper opposisjonen ukentlig i media om «time-out». Vi må trykke på pauseknappen, sier de senest i dag, mens de i debatter her i denne salen er langt mer ulne på hva de egentlig vil. Jeg lurer på hvorfor opposisjonen er så tydelig i media på at man må stoppe omstillingen, mens man i denne salen, f.eks. den 28. november, sa at man ikke ville trykke på Er det fordi at de rasjonelt skjønner at en pause vil være skadelig for pasientene, at forutsetningene for omstillingen ikke har endret seg, men at de ikke vil stå i de utfordringene, alle som måtte komme, i en slik stor omstilling? Jeg vet ikke. Det jeg vet, er at det som f.eks. Høyre egentlig har foreslått, er at OUS måtte ha omstilt enda mer hvis de hadde fått gjennomslag for sitt alternative statsbudsjett. De hadde måttet effektivisere og privatisere bort mange ansatte, slik at enda flere hadde blitt berørt av den omstillingen som nå er i gang. I budsjettet har de stipulert dette nasjonalt til å være i underkant av 600 mill. kr., og det som de foreslår for å sukre den pillen, er en nasjonal satsing på IKT på 35 mill. kr. De vil altså effektivisere og privatisere for nesten 600 mill. kr, men skal da gi 35 mill. kr tilbake i en nasjonal IKT-satsing. Riktignok vil de gjøre dette over fem år, og da blir det 175 mill. kr til dette som de i statsbudsjettet. Vel, i den virkeligheten man har ute, regner man med at helseforetakene vil bruke årlig mellom 3,5 og 4 mrd. kr til drift og investeringer på IKT – altså opp mot 20 mrd. kr i de neste fem årene. Da betyr 175 mill. kr ekstra relativt lite – ja, nesten ingenting. Men sånn går det når man skal finne inndekning for skattelette først i budsjettet, dernest prioritere en del andre viktige saker for Høyre. Da ble det visst ikke så veldig mye igjen til spesialisthelsetjenesten i Høyres alternative budsjett. Tvert imot skal man altså effektivisere, privatisere og hente ut gevinster til i underkant av 600 mill. kr neste år. Jeg lurer på hva de ansatte ved Oslo universitetssykehus og andre steder tenker om det. Det er tydelig at representanten Breen synes de har en dårlig sak siden han avsporer og

at tempoet i omstillingen er for høyt, og om hensynet til kvalitet og pasientsikkerhet er ivaretatt på en forsvarlig måte. Det har ikke manglet på advarsler verken fra pasientorganisasjoner, Legeforeningen, Sykepleierforbundet og andre organisasjoner. De gir bred støtte til forslagene om å gjøre en ny og enhetlig risikoanalyse av hele omstillingsprosessen og pålegge Helse Sør-Øst å styrke stedlig ledelse og etablere en finansieringsordning for IKT-satsingen i helsesektoren, men det gjør tydeligvis ikke inntrykk på regjeringspartiene. Det er nå viktig at det skapes en felles forståelse for både utfordringene og mulighetene som ligger i omstillingsprosessene. Ikke minst må det skapes mer åpenhet og demokrati på arbeidsplassen. Det er en omstilling som berører tusenvis av ansatte og pasienter. Det er svært krevende og må gjennomføres på en kvalitetssikret og forsvarlig måte. måte. Oslo universitetssykehus har selv rapportert om risiko for økte ventelister og brudd på pasientrettighetene, men det velger også regjeringspartiene og helseministeren å overse. Omstillingen berører også Ahus og har fått konsekvenser for pasienter og ansatte. Det har i den siste tiden kommet til dels alvorlige bekymringsmeldinger fra bl.a. leger, sykepleiere, fylkeslegen og pasientombudet. Det er fremdeles en krevende bemanningssituasjon. bemanningssituasjon. Ifølge Romerikes Blad 25. november må Ahus kutte 340 mill. kr i budsjettet for neste år, og de må nedbemanne til tross for at det er for få fagfolk fra før på enkelte områder. Arbeidstilsynet har gjentatte ganger kommet med pålegg om å opprette balanse mellom oppgaver og ressurser, og det har vært gjentatte brudd på arbeidsmiljøloven som har resultert i Dette er ikke svartmaling. Jeg mener å være realistisk i min fremstilling og forholder meg til de fakta som har kommet fram. En ny og helhetlig risikoanalyse av omstillingsprosessen er nødvendig. Nå må tilliten mellom ledelsen og de ansatte gjenopprettes, og arbeidsmiljø og pasientsikkerhet må få hovedfokus. hovedfokus. Jeg må si jeg ble bekymret da jeg hørte om NRKs undersøkelse i dag, som er gjort blant flere hundre ansatte, om en fryktkultur ved sykehuset, og at ansatte ikke tør melde fra om feil og mangler. Det er svært alvorlig. De er i en umulig situasjon. De vet at det skal nedbemannes, og sier de fra, kan det få konsekvenser for dem selv. Jeg er enig med representanten Høie

Jeg tror noe av svaret selvfølgelig er at med en viss omstilling følger det ubehag – det tror jeg vi skal være enige om uansett hvem som er i posisjon og i opposisjon. Men allikevel – man har store omstillinger i privat sektor, som går aldeles glimrende, og hvor de ansatte gleder seg til å gå til arbeidet. Jeg tror det er noe iboende i vårt system, som sykehussektoren som drives politisk, nemlig at man har en tendens til å rapporteringer om feil fordi man frykter det politiske ubehaget ved å bli kritisert for gjennomføringen. Jeg tillater meg å karakterisere redegjørelsen fra statsråden her i dag som en redegjørelse med skrivebordsperspektiv. Det kan i og for seg være et riktig perspektiv hvis man befinner seg i et kontor. Men for dem som befinner seg i en organisasjon, som møter

Rent taktikkeri fra de ansattes organisasjoner, fra legene eller at folk er motvillige, kan det da ikke være. Det er også slik at man må lytte til det alvorlige vitnesbyrdet som ligger i at styret er skiftet ut – det gamle fant ikke grunnlag for å fungere under de daværende rammebetingelsene. Daglig leder har trukket seg. Dette er altså mennesker som følger bedriften på nærmeste hold og ser den i mens andre ser den fra sitt kontor. Det er da vi må spørre: Er det et rimelig samsvar mellom de ressursene som er stilt til disposisjon, og de oppgavene som skal løses? Man skal ha en stor organisasjonsendring, og midt oppi det hele skal man også ta ut effektiviseringsgevinstene. Mens alle som har vært i nærheten av fusjoner i det private næringsliv, vet at først må det gjennomføres investeringer, du må bygge nytt, du må ha det på plass, og så må du faktisk være villig til å gjøre pukkelinvesteringer innledningsvis, hvor du bruker noe mer penger i en omstillingsfase. Så kan du hente ut rasjonaliseringsgevinstene, for ellers går det ut over kvaliteten på produktet. Hvis man gjør det i privat næringsliv, mister man kundene, og det har man selvfølgelig ikke råd til. Det er denne bagatelliseringen av problemene som fører oss lenger bort fra både pasienttrygghet og en forsvarlig

Johansen, vær så god.

sa: Vi politikere kan fatte mange upopulære vedtak og kjøre en prosess, men det er i ett tilfelle det er nødvendig å stoppe opp og tenke seg om en gang til, og det er når fagfolkene sier at det som skjer, er faglig uforsvarlig. – Det var kloke ord fra en dreven arbeiderpartipolitiker som jeg selv har tatt med meg i mitt politiske arbeid videre. Derfor var også et av mine spørsmål til Legeforeningen under høringen i denne saken om de ville karakterisere det som skjedde ved Oslo universitetssykehus, OUS, som faglig uforsvarlig. Legeforeningen sa at de ikke hadde noe grunnlag for å hevde det nå, men de fryktet at i den videre prosessen kunne det være en fare for pasientsikkerheten. Vi har imidlertid fått signaler fra ansatte som trekker fram eksempler på det de kaller faglig uforsvarlighet. Vi har sett at fagpersonell har sagt opp jobben sin fordi de mener at forholdene de arbeider under, gjør at de ikke kan gjøre en faglig forsvarlig jobb. Det går på deres Vi hørte senest i dag på nyhetene at det hevdes at det nå har oppstått en fryktkultur på OUS, som gjør at de ansatte ikke tør melde fra om feil som skjer som følge av den prosessen som pågår. Dette er meget bekymringsfullt, som flere allerede har sagt. Forholdet mellom de ansatte og ledelsen er tynnslitt, og det virker som om det er et hav av avstand mellom ledelsen og de ansattes virkelighetsoppfatning. Når bare én av tre ansatte tror at fusjonen mellom Ullevål, Aker, Rikshospitalet og Radiumhospitalet vil lykkes,

Et annet eksempel, som jeg også har stilt helseministeren spørsmål om, og som jeg har fått svar på, gjelder barnesykehuset ved Ullevål. Vi har fått meldinger om at barn, som har vært samlet på barnesenteret, nå spres rundt på ulike klinikker. Dette lover ikke godt. Det vi da sitter igjen med, er at fagfolkene opplever at kompetansen skvises ut.

være frampå og se at framtiden krever nye løsninger. Det hører jeg nesten i hver debatt. I denne saken er det noe annerledes. Her opplever vi en svært stor, krevende omstilling, som er stor først og fremst fordi det er et voldsomt volum. Dette er den største enheten vi har i Sykehus-Norge. Jeg synes samtidig vi skal minne oss selv om at, så vidt jeg vet, er ikke omstillingen ved Oslo universitetssykehus større i prosent, relativt sett, enn den man har hatt i Finnmark. Det oppleves som ganske krevende mange andre steder der man også har vært gjennom omstillinger av denne typen, men det er klart at her er størrelsesforholdene slik at jeg har full forståelse for at det er mange, både ansatte, pasienter, politikere og andre, som føler uro når man skal gjennom denne type omstillinger. Men de er nødvendige, og derfor har jeg, selvfølgelig, full tillit til helseministerens håndtering av saken. Det jeg tok ordet til, er det ene forslaget som handler om den såkalte IKT-satsingen. Jeg opplever at det ikke er uenighet her i salen om at det kanskje er noe av det viktigste vi kan satse på i sykehussektoren framover. Det er ingen tvil om at en av grunnene til at norsk økonomi gjennom 2000-tallet har vært godt posisjonert i den private delen, var mange av de omstillingene man gjorde av digital karakter, f.eks. i bank- og finanssektoren, da Sigbjørn Johnsen – som er her i salen – gjennom sitt departement ledet Norge på 1990-tallet. Det har skapt voldsomt gode resultater, fordi vi har forenklet, omstilt, gjort ting på helt nye måter – helt annerledes. Etter å ha lyttet til denne debatten gjennom hele høsten – gjentatte medieoppslag, pressekonferanser, skriftlige spørsmål og debatter i salen – opplever vi at opposisjonen

ganske romslige budsjettrammer ikke har klart å finne penger til det som f.eks. representanten Tetzschner opplever som pukkelkostnader, som burde vært tatt – ja, jeg forstår at Stortinget kanskje burde bevilget penger til det. Det har altså ikke opposisjonen mannet seg opp til, og det synes jeg, etter denne høsten, er ganske spesielt. Jeg må starte med å be statsråden ved første mulige anledning gå på talerstolen og

Det er nøyaktig den samme modellen som regjeringen selv omtaler under Kommunal- og regionaldepartementets budsjett som en rentekompensasjonsordning for skolebygg. Det står at regjeringen stiller 2 mrd. kr til disposisjon for kommunene til investeringer i skolebygg og idrettsbygg, og bevilger 35 mill. kr i rentekompensasjon. Så hvis regjeringen har problemer med å finne de 2 milliardene i vårt alternative budsjett, burde de ha tilsvarende problemer med å finne de 2 milliardene i Kommunal- og regionaldepartementets budsjett, en modell som for øvrig ble utviklet av Trond Giske da han var utdanningsminister i Stoltenberg I-regjeringen. Det er en alvorlig påstand statsråden kommer med, og den blir ikke mindre alvorlig ved at den gjentas av finanskomiteens leder og av saksordføreren, og jeg forlanger en unnskyldning fra denne talerstolen. Den ordningen vil fungere meget bra, fordi avdragene først vil komme når driftsgevinsten av investeringen vil være der. Alle de regionale helseforetakene var på høring i komiteen og ga uttrykk for at de ikke var i stand til, innenfor de rammene de hadde fått, å prioritere nok penger til nødvendig infrastruktur når det gjelder IKT i Helse-Norge. Det sa også at de heller ikke var i stand til å koordinere dette arbeidet seg imellom, og ba Stortinget om

stoppe denne prosessen, men å ta pauser på flere områder. Det er veldig lett å trekke parallellen til en tilsvarende prosess i Stockholm, der en faktisk tok et års pause hvor en bare fokuserte på pasientsikkerhet for igjen å komme inn på et konstruktivt spor. Hvis regjeringspartiene lurer på hva som er forskjell mellom å stoppe og å ta pause, foreslår jeg at de skrur på iPaden, setter på musikkprogrammet og ser at stoppknappen har en firkant og pauseknappen to parallelle streker. Det er også forskjellen på å stoppe og å ta pause i denne saken.

For dette handler ikke bare om Oslo universitetssykehus; det handler om helsetjenester som berører hele landet og hele befolkningen. Vi var i sin tid imot å etablere Helse Sør-Øst, fordi vi trodde det ble en for stor region, og at det kunne gå ut over de andre sykehusene i helseforetaket. Derfor har jeg fulgt denne prosessen veldig nøye. Vi fordi noe av pengeflyten skulle gå fra hovedstadsprosessen og ut til f.eks. Sørlandet sykehus og Sykehuset Innlandet når man begynte å se på totalen. Samtidig har den kompetansen som de har å bidra med ved Oslo universitetssykehus overfor pasienter ved Sørlandet sykehus og Sykehuset Innlandet, vært ekstremt viktig – og det er viktig at det fortsetter slik. Vi er avhengig av den spisskompetansen som de bidrar med. Men det må også understrekes at når de store prosessene ved Oslo universitetssykehus skal gjennomføres, må ikke det skje på en slik måte at de andre aktørene i helseforetaket må ta regningen for det som skjer, for dette handler om mye mer enn hovedstaden. Hvis pasienter blir glemt, blir man bekymret. Når man snakker om den IKT-satsingen som skal komme, og bekymret. Når man snakker om den IKT-satsingen som skal komme, og som ikke har kommet i gang, og at man skal vente på en plan i 2012, la meg gi et lite innblikk i hvordan pasienter opplever dette. Man ringer inn for å sjekke at saken ikke er blitt glemt, og får beskjed om at brev bruker én uke fra Sørlandet til Oslo og én uke tilbake igjen. Det høres jo ut som om det kjøres med hest og Det er utrolig viktig for å klare å oppfylle f.eks. målsettingen om kreftbehandling innen 20 dager at man får dette på plass. La meg avslutte med å si at det vil ikke være aktuelt at resten av Helse Sør-Øst skal være med og ta kostnadene for det som skjer i hovedstadsprosessen. Regjeringen må fylle på med friske penger, slik at den store aktøren her i Oslo kan bidra med sin kompetanse

sagt om dette med frykt og fryktkultur, som har vært oppe i NRK – de har meldt om det – og som visstnok skal være noe man har ved sykehusene i Oslo. Jeg kjenner ikke til hvilke rutiner og retningslinjer man har ved Oslo-sykehusene når det gjelder å varsle om feil men det at det er gjort en slik undersøkelse som jeg ser berører et par tusen ansatte, er det all grunn til å ta på største alvor. Det at noen skal føle frykt eller engstelse for å miste stillingen sin eller ikke bli ansatt hvis man varsler, er egentlig totalt uakseptabelt. De ansatte ved alle norske sykehus skal vite at det å varsle De ansatte ved alle norske sykehus skal vite at det å varsle om feil når man ser at feil blir begått overfor pasienter, er ikke noe man skal føle frykt for å gjøre, men man skal vite at man har en plikt til å gjøre det – det skal være en plikt. Dette er en avgjørende forutsetning for kvalitet og sikkerhet for pasientene, og det er en avgjørende forutsetning for å forbedre kvaliteten. Så det skal være en plikt for alle. Med bakgrunn i det som er kommet fram i media nå, vil jeg anbefale og oppfordre statsråden til å ta dette opp ved første møte med helseforetakene, få klarlagt hvilke varslingsrutiner som gjelder, og få sikkerhet for at det ikke ved noen sykehus skal eksistere noen form for

det vel grunn for noen – kanskje for 1 000 personer – til å frykte for jobben. Men det er altså slik at det ble meddelt komiteen i åpen høring at det hersket en slik fryktkultur. Det har jeg tatt på største alvor. Jeg varslet faktisk Arbeidstilsynet i brevs form etter høringen om at dette var fremkommet. Jeg har også mottatt brev fra Arbeidstilsynet hvor de sier at dette tar de på største alvor og vil følge opp saken. Så det blir fulgt opp. Debatten for øvrig er litt merkelig. Hovedinnlegget til representanten Geir-Ketil Hansen kan vel oppsummeres slik: Jeg er helt enig i alt opposisjonen skriver, derfor har jeg tenkt å stemme imot. Representanten Toppe, på sin side, fortsetter å si fra denne talerstolen at det ikke er foreslått noen friske midler fra noen av disse partiene. Da vil jeg be henne lese Kristelig Folkepartis alternative statsbudsjett, hvor det er foreslått ekstra penger. I Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett er det foreslått friske midler. I tillegg har alle de borgerlige partiene i finansinnstillingen, som redegjort for av komiteens leder, fremmet forslag om rentekompensasjonsordningen, så jeg deler representanten Høies ønske og krav om at statsråden faktisk beklager at hun feilinformerte Når Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann fra denne talerstol sier at det ikke er skjedd noen endringer i forutsetningene siden dette ble vedtatt, kan han ikke ha fått med seg mye. Det som har skjedd, er at Ahus er blitt bygd betraktelig mindre enn opprinnelig planlagt. Vi vet at det er lange ventetider – ikke minst er det korridorpasienter – på Ahus. To sykehus i Akershus som var vedtatt nedlagt, Ski og Stensby, er nå vedtatt opprettholdt fordi forutsetningene har endret seg. Ullevål kan ikke ivareta den virksomheten som var på Aker, fordi de ikke har bygningsmasse til det. Det er mange forutsetninger som har endret seg. Nettopp derfor bør man ta inn over seg at ting har endret seg, og at det er behov for å følge opp det opposisjonen i dag

på, som på mange måter er godkjent og bedt om også fra de regionale helseforetakene som var på høring, så skjønner jeg nesten ingenting. Dette burde være et område som vi kunne blitt enige om. Så vil jeg helt til slutt vise til det som står på første side i innstillingen fra komiteen. Jeg skal ikke ta meg tid til å lese det opp, men det står ingenting om at vi skal stoppe på noen som helst måte. Det går i et for raskt tempo. Vi ønsker en ny gjennomføringsplan. Det er begrepene som brukes. Så vær så snill, regjeringsfraksjonen: Slutt å si fra denne talerstolen at vi har bedt om en stopp i prosessen. Dere vet at det ikke er riktig

man nå har pratet om over en tid, og som for så vidt også reflekteres i NRK i dag, er noe som bekymrer. Selvfølgelig bekymrer det. det. Jeg er også veldig glad for at den nye direktøren var så tydelig på at han også var bekymret over det – ikke minst omfanget som kom fram i den undersøkelsen i dag, bekymret ham. Nå har han vært på jobb i en drøy uke, så jeg ville gi ham litt mer enn en uke før han etablerer en kultur hvor ikke frykt dominerer. Det er klart at det blir helt sentralt for fortsettelsen av omstillingene at man har tillit både til ledelsen og til at man kan si fra når man mener at noe er galt. Det er jo helt essensielt i det som vi vil ha som løpende risikoanalyser, at de som jobber der, faktisk sier ifra. Det er bare derigjennom Helsetilsynet, fylkeslege mfl. kan avdekke forhold som ikke er bra. Selvfølgelig er det et ønske også fra posisjonen at man har en kultur hvor man sier ifra. Men det som jeg har lyst til å utfordre komiteens leder på, som han så utrolig lett hopper bukk over – han gjorde det også i budsjettdebatten – er om Høyre nå forlater kontantprinsippet. For det er en forskjell på om man oppretter en kompensasjonsordning til kommunen, og om staten gir lån til staten. Kontantprinsippets poeng er nettopp at statens kostnader skal føres over streken det året kostnaden påløper, punktum. Hvis det er slik nå at Høyre forlater det prinsippet, så er man også på tur til å forlate handlingsregelens poeng. Det synes jeg er ganske interessant, og derfor bruker vi tid på dette. Høyre har jo kritisert oss – i hvert fall delvis – de siste årene for at vi kanskje er noe ekspansive i budsjettpolitikken. Men dette skjuler en ekspansivitet på 2 mrd. kr i det strukturelle underskuddet. Så jeg vil ha en forklaring fra Høyre på om partiet nå har forlatt kontantprinsippet, for det er i så fall svært oppsiktsvekkende, og det vil gi dem lite troverdighet når de snakker om konkurranseutsatt sektor i andre

Der etterspurte jeg en konkretisering av hva som menes med det. Det skulle være åpent for å diskutere det hvis det var noe nytt, noe som ikke har vært i saken og prosessen tidligere. Jeg registrerer at det ikke har kommet. Det tredje leddet gjelder spørsmålet om en utlåning av 10 mrd. kr som koster verken utlåner eller låntaker noe. Jeg tror

Det vanlige er tre år, kanskje noen sier fem år. Hvorfor er det så viktig? Om fem år må vi ha nytt, da må vi i gang igjen. Derfor må denne prosessen være veldig seriøs, og den debatten vil vi gjerne være med på. Jeg sa at over og under streken er for litt spesielt interesserte. Det er viktig nok for Norge. Penger i hånda er én måte å se det på. En annen måte å se det på er: Hva vil dette kr er 0,2 pst. av budsjettet til Oslo universitetssykehus. Hvis vi regner dette om til familieøkonomi, med en inntekt på 400 000 kr – for å ta det eksempelet – dreier det seg om 80 kr. Det er altså ikke dette som kan løfte Oslo universitetssykehus videre på lang sikt. Jeg klarer derfor ikke å se at dette forslaget i sin helhet bringer noe substansielt nytt inn i situasjonen. Så går det an å spørre: Hva har regjeringen gjort? Det er kommet på plass ny styreleder – det er et av de viktigste grepene for en eier, enten det gjelder et helseforetak eller andre steder i samfunnet det er kommet på plass en ny daglig leder, som jeg tror har sin 13. dag på jobben i dag. Det er viktig at denne ledelsen får en mulighet til å få prosessen inn på et godt

eller om det er ledelse og styre. Jeg er for så vidt enig med representanten Helseth, som sier at han ikke kan se veldig mye av uenigheten her. Det blir jo helt umulig hvis det er Stortinget som skal vedta det som prinsipp. Jeg mener faktisk, som jeg også sa i innlegget mitt, at dette er noe som ledelsen og styret og de ansatte i fellesskap må finne ut av. Så vil jeg si én ting: For meg er pasientperspektivet det aller viktigste. Det å ivareta pasientenes trygghet og sikkerhet er det viktigste vi gjør. Derfor måler vi kvaliteten på sykehusene i Norge. Vi måler den basert på sykehusenes egne registreringer. Vi har nå hatt en stor måling – som vi er nokså alene om. Vi mener faktisk at vi er det første landet i verden som har hatt det. Det er målinger som er basert på gjennomgang av journaler – ca. 7 000 journaler over hele landet. landet. Disse er ikke basert på egenmelding, ikke basert på anonyme eller personifiserte meldinger, de er basert på en systematisk gjennomgang av alle journaler for å avdekke feil. Det er som sagt gjort over hele landet. Her kommer Oslo universitetssykehus ganske godt ut. Vi skal ikke sole oss i den glansen, men det er faktisk ganske viktig å ha med seg det perspektivet også når det hele tiden utfordres på hvordan forholdene er ved Oslo universitetssykehus. Ja, vi har store utfordringer. De må vi ta tak i. Det er vanskelig for de ansatte som står i en krevende omstillingsprosess. Vi må ivareta pasientbehandlingen og forsvarligheten i den sammenheng. Det har hele tiden vært forutsetningen da man igangsatte arbeidet med omstillingsprosessen, at pasientenes sikkerhet og forsvarlighet måtte komme i første rekke. Så må man hele tiden justere tempoet, men det må faktisk de som sitter i ledelse og styre, jobbe med hver dag, og se på hvordan de går frem. Men å ha en generell stopp er ikke mulig.

gitt. Jeg tenker også at vi må ikke glemme grunnlaget/behovet for hele omstruktureringen av helsetjenesten i Norge. Det var at vi skulle bruke penger på en bedre måte. Det var at vi skulle bruke penger fra noen av de områdene i helsetjenesten som hadde et overforbruk av helsepenger, der vi ikke fikk stor nok nytte igjen for de pengene. Det dreier seg om å ha solidaritet med de svake gruppene, som ofte blir nevnt fra denne talerstolen, men altså ikke i denne sammenheng. Det handler om at de pengene som vi nå skal få realisert ved at vi får en ny og moderne sykehustjeneste, skal vi bruke på grupper som i dag Grunnen til at omstruktureringen i helsetjenesten også fant sted, var nettopp det at vi så at vi hadde grupper av pasienter som overhodet ikke fikk sine tjenester dekket innenfor de helserammene vi hadde. Derfor måtte vi ha en omstrukturering. Så litt til det som Laila Dåvøy og Dagrun Eriksen sa. Jeg Laila Dåvøy og Dagrun Eriksen sa. Jeg er veldig enig med Dagrun Eriksen i at dette ikke er et Oslo-fenomen. Det burde ha vært omvendt. Oslo er en storebror som burde ha gått foran og vist vei med hensyn til hvordan omstillinger skal takles. Når en ser på den kapasiteten som Oslo-sykehusene besitter når det gjelder både ressurser og kompetanse, tenker jeg at det kanskje ville ha vært naturlig å tenke seg at de hadde vært i førersetet. Det er de ikke. De kom senest i gang i Oslo. Det er de ikke. De kom senest i gang i Oslo. Det er ikke lett å svare Laila Dåvøy på spørsmålet: Hvor ligger sannheten? Jeg tror vi skal slutte å tenke på hvor sannheten ligger, tenke på det som har vært. Vi må se framover. Hvordan skal det bli? Hvordan skal vi løse dette? Da må vi se på dette med andre briller. På Sørlandet gjorde de det sånn at de plasserte folk som var uenige, både fagmiljøer, fagforeninger og på et hotell, og så gjorde de som de gjør når Paven skal innsettes, de ventet på at hvit røyk skulle komme opp av pipa. Her trengs det god dialog mellom aktørene i denne saken for å få videreført denne prosessen.

Men i denne debatten, som i alle de debatter som har vært om denne saken, både i og utenfor denne sal, er det som å skvette vann på gåsa å diskutere denne prosessen med posisjonen. Jeg ber statsråden og regjeringspartiene tenke gjennom hvordan de ville ha tedd seg hvis det var vi som satt i posisjon, og dette skjedde. For hva er det som har skjedd? Man har altså slått sammen halve Helse-Norge til én region for å løse et problem mellom sykehusene her innerst i Oslo-gryta. Så har prosessen gått sin gang. Faresignalene har kommet – fra tilsynet, som er uavhengig, og fra de ansatte ved deres tillitsvalgte – i bøtter og spann. Den administrerende direktøren, som ikke er noen hvem som helst – Siri Hatlen er en av de fremste ledere i Helse-Norge de siste årene – måtte kaste kortene. Styret måtte skiftes ut, og – jeg holdt på å si – det ser nesten ut som om noen skulle ønske at de tillitsvalgte kunne skiftes ut også, men heldigvis kan de ikke det. Og så blir det fra fra statsrådens og fra finanskomiteens leder her i salen direkte villedet om opposisjonens budsjettforslag, om at det forslaget som behandles her i dag, ikke er tatt inn i våre alternative budsjetter. Jo visst er det det! Jeg kan snakke for Kristelig Folkeparti. Vi har mer penger til omstilling, og vi har penger til rentekompensasjonsordningen – som ikke bringer noe nytt, sa Are Helseth. Hvorfor kommer helseforetakene til Stortinget og ber om det, da? Det er veldig rart at de skulle be om det

Men det er helt i tråd med hvordan man har håndtert denne saken. Det er fred og ingen fare. Man skryter av hvor bra dette går. Men alle andre ser faresignalene, og tilsynet gransker nå alvorlige forhold. Bent Høie har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Jeg er nødt til å gjenta kravet om en beklagelse fra helseministeren for å feilinformere Stortinget om opposisjonens budsjettforslag. Etter vår modell vil jeg sitere fra side 122 i Kommunaldepartementets budsjettforslag: «Regjeringen foreslår en investeringsramme på 2 mrd. kroner for 2012, jf. forslag til romertallsvedtak V. Forslaget anslås å medføre et bevilgningsbehov på 70 mill. kroner i Forslaget anslås å medføre et bevilgningsbehov på 70 mill. kroner i 2012.» Når opposisjonen foreslår 35 mill. kr, er det fordi dette er en ny ordning som ikke vil ha helårsvirkning. Det er i tråd med svar fra Finansdepartementet i forbindelse med budsjettbehandlingen i Så til innlegget om Høyres alternative budsjett. Når Høyre foreslår at det er mulig å bruke mer av pengene i helseforetakene på pasientbehandling, er det basert på to forhold. Det ene er kutt i kjøp av private konsulenttjenester, og det andre er i form av innføring av en nøytral momsordning som er offentlig utredet, og dermed tar inn bare en liten del av det som er anslått.

må jeg altså tilbake til saken, for det er pasientene og omstillingen det gjelder. Jeg kan på slutten av denne debatten konstatere som en slags oppsummering at statsråden nå har gitt oss en politisk garanti for at det er gjort nok investeringer, at byggene er ferdige og hensiktsmessige, at IKT-systemer er på plass og optimale, og framfor alt – grunnleggende – at ressursene nå er for å oppfylle de oppgavene som organisasjonen trenger for å gjøre jobben sin overfor pasienter som er der, pasienter i kø og for å holde kvaliteten oppe. Dette er ganske interessante signaler, for det er samtidig en politisk garanti utstedt til Stortinget, som vi skal merke oss. Det betyr også – og jeg synes det er utmerket hvis debatten kan munne ut slik – at statsråden har påtatt seg den politiske garanti og det fulle ansvar for at alle andre som rapporterer annerledes, har tatt feil, og at formålet med denne organisasjonsendringen kommer til å bli oppfylt til rett tid, til rett kvalitet og på budsjett. Det er i hvert fall en ganske sterk konklusjon, slik statsråden har lagt opp sin informasjon til Stortinget her i dag – og det skal vi merke oss.

Men når det gjelder helseforetakene og lån til disse, må de føres over streken. De skal føres over streken etter kontantprinsippet det året de påløper. Så en ting som dreier seg om det å melde anonymt. Med den nye meldeordningen som innføres i det nye lovverket fra nyttår i forbindelse med revidering av lovverket for Samhandlingsreformen, og også endringer i for Samhandlingsreformen, og også endringer i annet lovverk, er det en ny meldeordning som går til kunnskapssenteret, der man også kan melde anonymt. Jeg er helt enig med dem som har sagt at det er særdeles viktig at denne meldeordningen benyttes. Det er noe jeg skal minne helseforetakene om. Representanten Thomas Breen Breen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Aller først: Det må ikke herske noen tvil om at vi er bekymret for den prosessen som foregår. Det er veldig bekymringsfullt det som kommer fram om fryktkultur, om at det stopper opp, og at man ikke har kommet fort nok i gang med å få resultater av omstillingen. Jeg har ikke så lang fartstid som tidligere helseminister Høybråten, men én av de tingene som undrer meg, meg, er at den tidligere styrelederen, den nå avgåtte Hatlen, f.eks. ikke klarte å få på plass bemanningsplaner for sine 17 000 ansatte, noe som er helt essensielt i en sånn omstilling. Så det haster med å komme i gang med en del av den omstillingen som er grunnleggende for fortsettelsen, bl.a. bemanningsplanene. Hvis ikke vil dette gå ut over andre foretak i Helse Sør-Øst. Det er posisjonen skje. Så registrerer jeg – når komitélederen siterer fra Kommunal- og regionaldepartementets budsjettforslag – at han ikke har forstått forskjellen mellom å gi lån til staten og å gi lån til andre, f.eks. andre land, kommuner, osv. Det er en kjempeforskjell.

er at det blir veldig fort foreldet. Derfor må vi gjøre noe i året som kommer, gjøre noe året etterpå og året etterpå der igjen. Problemet med å utsette nedbetalingen av noe i fem år – noe som mest sannsynlig er foreldet, mer eller mindre, om fem år – er at man binder seg for ti år, uten å klare å fornye seg ytterligere. Dette er jo grunnen til at denne type prioriteringer må være en integrert del av driften, og at de som skal prioritere, er de som har skoen på. Det andre jeg har lyst til å kommentere, er at vi skal etterspørre innspill og kritikk fra de ansatte. Det er en absolutt forventning at ansatte føler trygghet for sine ytringer. Jeg har merket meg at mange har stor forståelse for at det er vanskelig for veldig mange ansatte å stå i den omstillingen de gjør. Det tror jeg vi alle har stor forståelse for. Jeg synes det er naturlig å sende en ekstra god hilsen om god jul til ansatte ved Oslo universitetssykehus, der de gjør en stor jobb for pasientene sine. Representanten Per Arne Olsen Olsen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad,

representanten Breen. Han står på denne talerstolen og sier at selvfølgelig tar man denne situasjonen på alvor, for deretter ikke å ta noe selvkritikk, for deretter å konkludere med at vi ikke trenger å gjøre noe, og for deretter å gjøre dette til en debatt om over eller under streken. Når vi tar opp forslag som handler om pasientsikkerhet ved Norges største sykehus, gjør man det så smått, til en debatt hvor man ikke tar selvkritikk, gjør det til en debatt om over og under streken – ikke om pasienter og pasientsikkerhet. Jeg synes ikke det er bra. I den siste bra. I den siste runden her var det noe mer erkjennelse enn det jeg hørte i første del av debatten. Det er bra. Jeg tror alle her i denne salen bør ta inn over seg at dette er en veldig kompleks, veldig omfattende og krevende prosess. Nettopp derfor tror jeg regjeringen ville gjort klokt i å forsøke å samle en bredere støtte til den den enn det som det i praksis har vist seg å være, først og fremst i de organisasjonene som skal fusjoneres og omstruktureres, dernest her i Stortinget. Det forslaget som Stortinget behandler i dag, er et forsøk fra opposisjonen på å rekke ut en hånd og være konstruktive i medvirkningen til løsninger, som vi ser er helt påkrevet. Det går rett og slett ikke an i 2011, snart 2012, at store, høyteknologiske medisinske sentra må sende prøvesvar og epikriser i taxi til hverandre for å sikre at riktig pasientinformasjon blir lagt til grunn for diagnose og behandling – men det skjer. Jeg har vært i sykehus over hele verden, både i den jobben jeg har hatt, og i den jeg har nå, og jeg tror jeg kan finne flere eksempler på sykehus i langt mindre gunstig stilte land enn Norge som håndterer dette mye bedre. Derfor er det helt nødvendig å få på plass investeringer når det gjelder IKT, i mye større grad enn det som har skjedd til nå. Det burde ha skjedd parallelt og mye raskere. Mitt råd er at man vurderer det som mye viktigere og satser sterkere på det. Vi har pekt på én måte å gjøre det på. Selvfølgelig er det mulig å gjøre dette. Representanten Breen prøvde å framstille det slik at det innenfor vårt bevilgningssystem ikke er mulig. Selvfølgelig er det mulig for staten å låne til statlige institusjoner. Så det er ikke et argument som holder. Jeg tror også man må vurdere kulturutfordringene mye mer alvorlig enn det man har gjort. Jeg tror man er nødt til å renonsere på ønsket om å ta ut gevinstene så raskt som det ønsket om å ta ut gevinstene så raskt som det man har ønsket seg – de facto kommer ikke det til å skje. Det er mange ting her som en kunne dvelt ved videre. Jeg er helt overbevist om at Stortinget ikke er ferdig med denne saken. Til det har det vært altfor liten medvirkning til en konstruktiv dialog fra regjeringens side i debatten her i dag. Vi vet at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har til vurdering om det bør reises en kontrollsak om det som har passert. Det vil ikke overraske meg om det blir konklusjonen; det bør etter mitt syn bli konklusjonen. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 7. Etter ønske fra finanskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og
innstilling støtter derfor at det gis en bestillingsfullmakt her på 20 mill. kr. Det er en samlet komité som slutter seg til forslagene i proposisjonen. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 6. Etter ønske fra helse- og omsorgskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til medlem av regjeringen. Videre vil presidenten foreslå at det gis anledning til replikkordskifte på inntil tre replikker med svar etter innlegg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
arena som et bredt flertall i finanskomiteen legger til grunn ikke skal være en omkamp knyttet til alternative statsbudsjetter, heller ikke til et revidert budsjett. Det er mer en teknisk justering av budsjettet, hvor det gjøres rede for vedtatte og foreslåtte endringer i statsbudsjettet gjennom året og for endringer i anslagene for skatter og avgifter. På noen områder er tallene som følge av dette selvfølgelig endret siden Stortinget behandlet budsjettet for knapt ett år siden. I hovedsak reflekterer salderingen et par forhold, men spesielt at norsk økonomi så langt har greid seg bra gjennom 2011. Men situasjonen kan snu raskt. Stoda internasjonalt er bekymringsfull. Det får allerede konsekvenser her hjemme. Flere bransjer melder allerede om at forholdene på eksportmarkedene har blitt vanskeligere den siste tiden, og finansministeren har sagt at vi må regne med at utviklingen i fastlandsøkonomien nå vil bli noe svakere enn det som ble lagt til grunn i nasjonalbudsjettet for 2012. Statistisk sentralbyrå har også justert ned sine vekstanslag. Likevel, 2011 under ett: Det har gått bedre enn ventet. Særlig har skattene fra næringslivet steget til et rekordhøyt nivå. Inntektsøkningen kommer gjennom et uendret skattenivå. Til tross for at man har det mange mener er altfor høye skatter i dette landet, har man klart kom. Det er hovedgrunnen til at jeg mener at det er lite lurt å omsette inntektsøkninger til nye, varige utgifter. Så registrerer jeg at det er spesielt ett parti som i innstillingen bruker en bedret økonomisk situasjon som bevis for at deres økonomiske politikk også ville vært godt innenfor handlingsregelen og ansvarlig. Det er en forståelse jeg oppfatter at de står ganske alene om, for, ærlig talt, det er ikke når man sitter med fasiten at man skal bedømmes på sin evne til å styre. Det kan hvem som helst klare. Det som er krevende, er å klare å holde igjen når vi ikke vet hvordan det økonomiske terrenget ser ut når man skal ta høyde for ulike mulige virkninger. Det er ingen kunst å tippe hvilken utvikling som har vært, men atskillig mer krevende å si hvordan ting skal bli, basert på best mulig faglig anslag på tidspunktet.

budsjettvedtakene, ikke i etterkant. Denne regelen er selvpålagt. Det er et bredt flertall i Stortinget som står bak den. Det handler om tillitsforhold mellom markedet, andre politikere og andre land, om de mener vi har evne til å si det vi skal gjøre. Derfor er jeg kritisk når f.eks. Fremskrittspartiet foreslår å stryke 17 mrd. kr i bompengegjeld med et pennestrøk gjennom vedtak her i dag. Det får ikke flertall. Jeg mener at tillit tar lang tid å bygge opp i den økonomiske politikken, men kort tid å rive ned. Derfor vil jeg advare mot den typen vedtak. Så har Høyre og Fremskrittspartiet i merknads form uttrykt bekymring over avvikende beløp når det gjelder budsjettet og nysalderingen. Det er en bekymring jeg langt på vei deler, men jeg har tre kommentarer til det. For det første: Det vil alltid være usikkerhet knyttet til anslag innen den økonomiske utviklingen, herunder også utviklingen i skatter og avgifter. Det vi nå ser skje fra dag til dag i internasjonal økonomi, understreker denne usikkerheten. For det andre: Sammenlikner vi Norge med andre land rent budsjetteknisk, er de norske skatteanslagene ikke spesielt avvikende. For det tredje: Finansministeren har varslet, og har allerede igangsatt, et arbeid. Man satte ned et utvalg i mai som skal se på de modellene vi bruker for å beregne – enda bedre – anslag som peker framover i den økonomiske politikken. Utvalget adresserer nettopp det vi alle er opptatt av, å sikre et best mulig faglig grunnlag, slik at ikke vi politikere må prøve å lage oss egne anslag når vi skal utarbeide både budsjetter som landet skal styres ut fra, og de alternative budsjettene som opposisjonen legger fram. Til slutt vil jeg takke finanskomiteen for godt samarbeid gjennom et krevende halvår, og med det legger jeg fram innstillingen og ønsker alle en god jul og et godt nyttår.

inntrykk av at her kunne en budsjettere med millimeternøyaktighet, og hvis du brukte 1 mrd. kr mer enn det regjeringen foreslo, var du uansvarlig og satte renten under press, at sånn fungerer det ikke. Faktisk så sent som forrige fredag sto Arbeiderpartiet i denne sal og argumenterte på akkurat samme måten. Da var det også sånn at Fremskrittspartiets alternative budsjett, hvor vi altså bruker 1 mrd. kr mer enn regjeringen, ville true renten og øke inflasjonen i Norge. Jeg forstår ikke at en tør komme med sånne Det er jo nå en burde ta lærdom av denne form for debatt. Vi skal ta de gode prinsipielle debattene og de gode debattene om hvorvidt forslag som kommer, er gode eller dårlige, og om vi vil støtte dem eller ikke. Men en gir et inntrykk av at en krittstrek som er tegnet av Finansdepartementet, er den eneste rette måten å se på norsk økonomi på. Det bør saldert budsjett nå vise ikke er riktig. Det er også nok å vise til diverse spørsmål som Fremskrittspartiet har stilt til finansministeren vi har spurt om sensitiviteten i det strukturelle, oljekorrigerte overskuddet eller underskuddet. Der spør vi rett og slett: Hvis oljesektoren i Norge hadde investert 50 mrd. kr mer på norsk sokkel neste år, hvordan måtte en justert utgiftssiden i det strukturelle, oljekorrigerte budsjettet – hvor måtte krittstreken vært justert for at en fortsatt skulle ha det samme presset i økonomien? Svaret fra finansministeren er: ingenting. Er det så galt at hvis vi bruker et par milliarder kroner mer på vei i Norge, er det fryktelig inflasjonsdrivende – ifølge Arbeiderpartiet – men hvis man bruker 50 mrd. kr på norsk sokkel, har det ingen betydning for hva man kan bruke i statsbudsjettet? Sånn er det selvsagt ikke. Jeg synes at Arbeiderpartiet snart må komme seg videre i denne debatten, framfor å ha svartmalingskampanje mot dem som våger å foreslå noe annet. Det betyr ikke at jeg frasier meg et ansvar for at vi skal diskutere om de ulike forslagene som partiene kommer med, er fornuftige eller ikke. Det er forskjell på å stimulere økonomien gjennom å bygge infrastruktur og satse på forskning og f.eks. å bedre ordninger som gjør at folk ikke vil jobbe. Det ene bedrer konkurranseevnen og produksjonsevnen i framtiden, det andre – å få folk til ikke å jobbe – gjør det motsatte. Der må vi kunne ta en seriøs og saklig debatt og ha ulike Men igjen: Det å komme med denne millimeternøyaktigheten som Arbeiderpartiet gang på gang har prøvd seg på, at den eneste ansvarlige oljepengebruken er den som regjeringen foreslår, har vi fått kraftig motbevist nå. Det er også verdt å merke seg at i flere av debattene som har vært i Stortinget i forbindelse med budsjettet for 2012, har noen fra regjeringen sagt at de har et nøytralt budsjett til behandling, mens andre fra regjeringen har sagt at de Mitt inntrykk er at det overordnede budsjettet har vært nøytralt, mens de som åpenbart har tapt kampen for sine departementer, snakker om et stramt budsjett for å slippe kritikk. Fremskrittspartiet vurderte det slik i 2011 at Norge kunne bruke litt mer penger på å investere i offentlig sektor for å bedre produksjonsevnen i norsk økonomi, og investere mer i infrastruktur. Jeg tror det budsjettet vi har nå, viser at den vurderingen var korrekt og minst like ansvarlig som det regjeringen har lagt opp til. Vi legger ikke opp til noen store omkamper, for det er ikke saldert budsjett arenaen for. Men ting som kan gjøres, og som ikke har vedvarende budsjetteffekt, synes vi er fornuftig. Når såkornfondet er tomt for penger, synes vi at dette kunne vært en anledning til å fylle på lite grann, men jeg viser til vårt budsjett for 2012, der satsingen kommer primært. Helt til slutt: Da statsbudsjettet for 2012 ble framlagt, sa statsminister Stoltenberg i Dagsavisen den 7. oktober 2011: «Vi legger fram et budsjett for å holde orden på det grunnleggende: rente, kronekurs og arbeidsplasser.» Bare to måneder senere ble renten redusert med

Det er viktig at vi klarer å holde fast ved det budsjettet som er lagt, og at man unngår for mange omkamper gjennom året. Det vil kunne undergrave en ansvarlig styring. Vi har allikevel i salderingsinnstillingen lagt inn en merknad hvor vi har påpekt de store endringene fra budsjettanslagene og til regnskapet. Fra 2006 har det vært en differanse som har summert seg til fra budsjettanslagene og til regnskapet. Fra 2006 har det vært en differanse som har summert seg til om lag 70 mrd. kr, og bare i 2011 har man bommet med om lag 28 mrd. kr. Nå skal det sies at man har bommet i riktig retning, og man skal jo ikke beklage at man bruker nesten 100 milliarder oljekroner mindre. Det får vi heller se på som dette stortingets gave til fremtidige generasjoner – til pensjon og til trygghet. Men Høyre er allikevel opptatt av at vi må ha så presise redskaper som mulig, for nettopp å skape den nødvendige respekt for budsjettet. For hvis man fortsetter i samme omfang

Så vil jeg også si at Norge er godt rustet til å kunne håndtere en slik situasjon. Vi har bedre økonomisk handlingsrom enn alle andre land, og vi har en nasjonalbank og et finanstilsyn som har god erfaring med å kunne håndtere finansielt vanskelige situasjoner. Høyres bekymring knytter seg mer til de langsiktige utfordringene for Norge, norsk økonomi og vår evne til å bygge Norge som kunnskapsnasjon og styrke vår konkurransekraft. Men de spørsmålene skal vi ikke debattere nå, dem får vi rikelig anledning til å komme tilbake til i løpet av 2012.

nasjonalbudsjettet. Videre er det oljekorrigerte underskuddet i 2011 anslått til 84,2 mrd. kr, og det er en reduksjon på hele 50,8 mrd. kr. Det som flere har vært inne på, og som regjeringspartiene arbeider videre med og Finansdepartementet er svært opptatt av, er å få bedre analyser for å vise dette. Samtidig vil jeg si at det Samtidig vil jeg si at det er ganske krevende å budsjettere i en situasjon hvor norsk økonomi er i den konjunkturfasen som den er i, og det er likeledes vanskelig å budsjettere dersom vi skulle komme i en motsatt konjunkturfase. Som flere har vært inne på, er dette krevende spørsmål, men likevel er avvikene så store at det må påkalle større oppmerksomhet i det akademiske, akademiske, statistiske og faglige miljøet i Finansdepartementet. Ellers er det flere som på talerstolen her gjentatte ganger presenterer Norge som et aksjeselskap. Jeg har ikke sagt det så mange ganger før, men jeg vil si det nå: De som presenterer Norge som et aksjeselskap, synes jeg har en ganske begrenset forståelse av hva slags samfunn vi skal lede. lede. Jeg synes vi en gang kunne ta en diskusjon rundt det, om det er den rette beskrivelsen av Norge at det er et aksjeselskap. Hvis vi skal gå inn på selskapsform, hadde det vært mye mer naturlig for meg i hvert fall å kalle det for et andelslag. Netto overførsel til Statens pensjonsfond utland er på 268,3 og med den situasjonen som vi nå har i verdensøkonomien, blir det en stadig mer krevende utfordring å sikre at de pengene har den tilstrekkelige trygghet. Det er en oppfatning hos stadig flere innbyggere, og spesielt hos dem som støtter de rød-grønne partiene, at vi bør bruke noe mer av disse ledige midlene til å investere i fast infrastruktur i Norge. Så er spørsmålet hvordan vi gjør det. det. Jeg har tidligere fra denne talerstolen, i finansdebatten, tatt opp behovet for å se på hvordan NTP-systemet – altså Nasjonal transportplan – i forhold til havner, farleder, statlige veier og jernbane fungerer. Jeg tror at der må en revidere systemet, slik at prosjektene blir tatt inn i konsekvensjustert budsjett. Dermed får en større mulighet til å få det realisert, med tanke på en satsing på å videreutvikle velferdsordningene, slik at prosjektene blir tatt inn i konsekvensjustert budsjett. Dermed får en større mulighet til å få det realisert, med tanke på en satsing på å videreutvikle velferdsordningene, noe som er en viktig prioritering. Så vil jeg fokusere på næringslivet og den historisk høye aktiviteten som nå er i olje- og gassektoren. Vi i Senterpartiet og regjeringa er veldig opptatt av stabile forhold for olje- og gassektoren, fordi det betyr svært mye for oss. Men slik som det nå er, er det en høy aktivitet, og regnskapsmessig vurderer fagfolk at det blir enda høyere enn det enda større grad bli en sovepute når det gjelder å utvikle det fastlandsbaserte næringslivet, og den balansen må vi i større grad gå inn på. Så til slutt garantiprovisjon: Det er gitt nordiske lånetilsagn innenfor IMF, hvor Norges andel var 240 mill. euro til Island. Det er uklart om Island vil be om ytterligere utbetaling av de nordiske lånene, og det er interessant at Island satte i gang devaluering, bedret konkurranseevnen, innførte kapitalkontroll, gjorde at en kunne ha en egen pengepolitikk, og satset på den islandske stayer i arbeidsevne. Islendingene gjør det godt. Helt til slutt tilfeldige utgifter. Merutgiftene til pensjoner/lønn mv. der staten er part i oppgjøret, utgjør 7 988 mill. kr i 2011. Det er behov for at det ved ethvert lønnsoppgjør og ved enhver pensjonsordning hva som er kostnaden når staten, kommunene eller statlig foretak er part, slik at vi får fram konsekvensene av oppgjørene. Det er en viktig del av den informasjonen som trengs for å fatte rette beslutninger i nåtid, ikke bare at vi ser det i ettertid. trengs for å fatte rette beslutninger i nåtid, ikke bare at vi ser det i ettertid. Jeg skal være kort. Til det siste innlegget, hvorvidt vi skal karakterisere Norge som et aksjeselskap eller et andelslag, kan man sikkert ha ulike meninger om. For min del er jeg opptatt av at det er mennesker det handler om. De lar seg sjelden rubrisere inn i noen selskapsform i det hele tatt. Men apropos det minnes jeg tidligere stortingspresident Kirsti Kolle Grøndahl, som ble spurt om hvilket fotballag hun heiet på. Da svarte hun: Jeg sluttet i grunnen å heie på fotballag den dagen de ble AS-er. Det synes jeg egentlig var godt svart. Hvis vi skal kommersialisere alt av virksomhet i dette landet, tror jeg vi mister mye verdifullt, og det er også basis for mye av Kristelig Folkepartis politikk. I salderingsinnstillingen foreslår ikke vi de store endringer. Vi kunne for så vidt godt vært med på den merknaden som Høyre og Fremskrittspartiet har knyttet til skatteinngangen og de store utslagene i forhold til det som er budsjettert, og det som ble resultatet. Men vi har også tiltro til at de nye instrumentene som skal bidra til god analyse også på dette punkt, kan komme både departement og storting til hjelp, med tanke på å få riktige prognoser for hva vi får inn av skatteinntekter. Ellers legger vi fram et forslag om å styrke arbeidet til de frivillige organisasjonene, som arbeider blant dem av oss i dette landet som har det tyngst, ikke minst i den tiden vi nå går inn i, å styrke arbeidet til de frivillige organisasjonene, som arbeider blant dem av oss i dette landet som har det tyngst, ikke minst i den tiden vi nå går inn i, med 12 mill. kr. Dette er organisasjoner som vet hva de gjør. De vet hvordan pengene kan brukes, også innenfor dette årets budsjett, så vi legger inn et lite forslag som underbygger det arbeidet de gjør til vårt felles 2011 bak oss blir det spennende å se hva 2012 bringer. Vi er absolutt beredt til, også fra Kristelig Folkepartis side, å diskutere tverrpolitisk hvilke virkemidler vi kan sette i verk dersom utviklingen i Europa eskalerer ytterligere og får utslag også i vår egen økonomi, som tilsier at Stortinget reviderer eller justerer sitt budsjett før man opprinnelig har planlagt. Med det tar jeg opp vårt forslag. Representanten Hans Olav Syversen har tatt opp det forslaget han refererte til. Jeg har bare noen korte refleksjoner, for dagen i dag er

til sykelønn, dagpenger og arbeidsavklaringspenger. Alt dette er positivt, men samtidig bør vi stoppe opp litt og tenke oss om. Venstre er veldig for en ansvarlig økonomisk politikk og en nøktern budsjettering, men – som flere har vært inne på – det at man bommer med ikke 4 pst., men 25 pst. når det gjelder bruk av oljepenger, er ikke bra. Og det at skatteinntektene fra Fastlands-Norge er 45 mrd. kr høyere enn budsjettert, viser med all tydelighet, slik Venstre ser det, at den dynamiske skattepolitikken slett ikke er avgått ved døden. Det vi ser nå, er langsiktige virkninger av skattereformen fra 2006. Dersom jeg ikke hørte feil, sa komiteens leder at han ville imøtekomme ønsket om en gjennomgang, og det er bra. Problemet med en slik budsjetteringspraksis er at det i realiteten gir dem som påstår at det er mulig å bruke mer oljepenger enn budsjettert, gode argumenter. Derfor bør vi etter Venstres syn både ha en ny diskusjon om handlingsregelens nivå og en ny diskusjon om hele budsjettpraksisen i løpet av våren. Jeg har tidligere tatt til orde for at vi burde ha et tilleggsmoment til den rene 4 pst.-regelen, f.eks. at oljepengebruken i tillegg begrenses som en maksimal andel av BNP. Rent objektivt: For dem som vil ta seg litt tid til å lese Venstres alternative budsjett, vil de se at på en del vesentlige punkter treffer vi godt, bl.a. når det gjelder skatteinntekter, sykelønn, dagpenger, kvotehandel med CO2 og symbolpolitikksaker som fraktutjevning for drivstoff og garantiordninger for innkjøp av kraft. Et par ting er imidlertid bekymringsfullt, bl.a. at tallet på dem som tar ut tidligpensjon, er ytterligere oppjustert i nysalderingen og nå er dobbelt så høyt som det ble lagt til grunn, stikk i strid med intensjonen i pensjonsreformen. Svaret på hvorfor det skjer, er åpenbart og har tre bokstaver: AFP. På sikt er ikke en offentlig sponsing på mange milliarder årlig for at mennesker slutter å jobbe før de burde, og det må etter Venstres syn gjøres noe med. Handel med CO2-kvoter var jeg inne på i debatten om Finansdepartementets budsjettproposisjon. I den debatten tok ikke finansministeren ordet. Jeg ser at han skal gjøre det i dag, og jeg vil derfor utfordre ham igjen på realismen i budsjetteringen for neste år, hvor det er lagt opp til en kvotepris på 110 kr, mens prisen per i dag er under det halve, år, hvor det er lagt opp til en kvotepris på 110 kr, mens prisen per i dag er under det halve, og prisen i går falt ytterligere, som følge av utsiktene til en varm vinter og lave energipriser. Om jeg skal ha et ønske for det neste året, er det at vi tar en fordomsfri debatt om hvordan vi kan treffe bedre enn de anslagene som ligger til grunn for det budsjettet og at vi ser med nye øyne på dagens handlingsregel – om den bør endres eller suppleres. Så vil jeg ønske presidenten, finansministeren og gode medrepresentanter i finanskomiteen en riktig god jul! Presidenten takker for det og ønsker god jul tilbake til representanten Tenden! Vi skal glede oss over at budsjettet for 2011 er

måte. Alt dette er positivt, og vi må holde fast ved dette. I store deler av Europa er situasjonen annerledes. Millioner av mennesker går en usikker framtid i møte, og det er ikke mulig nå å spå hvor dette vil ende. Det stiller det politiske lederskapet på prøve. Det er viktigere enn noensinne å gjenvinne tillit generelt og folks tillit spesielt. Det er viktigere enn noensinne å gi arbeidsledig ungdom håp og drømmer for framtiden. Situasjonen i Europa påvirker Norge – direkte gjennom eksportmarkedene, og indirekte ved at også eksportmarkeder for framvoksende økonomier blir trangere. Hvis det skjer, vil det også kunne påvirke Norge gjennom oljeprisen og prisen på andre verdensmarkedsvarer. Med andre ord: Vi er en del av det europeiske og globale skjebnefellesskapet. Veksten ventes å bli lav i Europa i 2012, og det er også tegn nå som tyder på at veksten i bl.a. Kina og for andre tunge aktører i verdensøkonomien vil gå ned. Budsjettet for 2012 tok høyde for usikkerhet. Til og med 3. kvartal i år har vi hatt en vekst i åtte kvartaler på rad. Det er nå tegn som tyder på at veksten avtar innover i 4. kvartal, og at vi ser større tegn til en todeling i norsk økonomi, mellom tradisjonell eksportrettet industri og oljerelatert industri. Derfor har jeg sagt tidligere i år at vi må forvente en lavere vekst i 2012 enn det som er lagt til grunn. Vi følger godt med. Vi har høy beredskap, og vi er klare. Vi merker situasjonen i Europa på flere måter. vanskeligere for eksportindustrien. Derfor er konkurranseevnen viktig i året vi går inn i – og ikke minst lønnsoppgjøret. Vi har merket det gjennom påslag på rentene i pengemarkedet, men vi har de siste dagene sett at pengemarkedsrenten i seg selv har gått noe ned, bl.a. som følge av rentesenkninger fra både Norges Bank og Den europeiske sentralbanken. Vi ser at dette gir – og kan gi – økte lånekostnader for bankene. Det er slik at pengepolitikken er førstelinjen når usikkerheten og utsiktene for vekst og inflasjon endrer seg. En skal gjennom pengepolitikken dempe virkningene av uro, en skal hindre – så langt råd er – at lånekostnader øker, skal dempe presset på valutaen, i hvert fall i den situasjonen vi nå er i. Så kan det være annerledes i andre situasjoner, når presset går i den andre retningen og en ser tendenser til overoppheting av økonomien. Vi har høy beredskap i Finansdepartementet og i regjeringen. Norges Bank og Finanstilsynet har høy beredskap og skal sørge for likviditet og

Vi skal bygge opp under produksjonsevne og vekstkraft – det skal vi komme tilbake til. Vi skal holde orden i statsfinansene og økonomien. Da sikrer vi også bærekraften over tid – og velferden for våre barn og barnebarn. Økonomisk politikk dreier seg i grunnen om to enkle ord – tillit og trygghet. Det er i bunn og grunn det som også økonomisk styring handler om. Vi nærmer oss 2012. Det kommer til å bli et spennende år. Det er vel det jeg kan si nå, som en slags spådom. Det kan bli et krevende år for oss alle, for vi vet ikke hva som kommer, eller hva vi møter der ute. Det vil frambringe det beste i politikken, der vi alle må være beredt til å bidra. Jeg er glad for de signaler som også kommer fra opposisjonen om at

en nedkjøling av økonomien. I dag var LO-leder Roar Flåthen, som sitter i sentralstyret til finansministerens parti, ute og oppfordret folk til å være mer materialistiske – handle mer – for å holde fart i økonomien. Det er ikke helt i tråd med LOs klimapolitikk fra 2007, men likevel en refleksjon over at han er Var da en del av regjeringens målsetting for orden i økonomien at Norges Bank skulle sette ned renten med ½ prosentpoeng, eller kan det faktisk være at budsjettet for 2011 og det som er vedtatt for 2012, ikke har vært så godt tilpasset den økonomiske situasjonen som det regjeringen gir inntrykk av?

I en slik situasjon er Norges Banks virkemidler førstelinjen. Den har de benyttet seg av gjennom den rentenedgangen de kom fram til for en ukes tid siden. Det er bra, og det viser at førstelinjeforsvaret virker når en også skal ta høyde for mulig uro som en ser litt lenger fram. Det passer godt sammen med den rollen som både finanspolitikken og pengepolitikken skal ha. Så kommer vi tilbake til det tredje elementet – nemlig inntektspolitikken – litt utpå nyåret. Dette illustrerer at en forholder seg kun til det tidspunktet da regjeringen la fram sitt budsjett – altså begynnelsen av oktober. Det at det har kommet informasjon mellom framleggelsen av budsjettet og vedtaket av det i Stortinget, påvirker altså ikke størrelsesordenen i det endelige budsjettet som blir vedtatt. Regjeringen legger fram et budsjett. Det er Stortinget som vedtar det. Er det da ikke litt rart, når finansministeren selv innrømmer at det har kommet informasjon etter at budsjettet ble framlagt, som tilsier at situasjonen ble verre? Likevel velger en altså verken fra regjeringens side eller fra stortingsflertallets side å gjøre en eneste endring – en endring tilpasset den nye informasjonen en Her har en altså vedtatt et budsjett som åpenbart ikke lenger er tilpasset den situasjonen vi er i nå. På samme måte som for 2011-budsjettet ser en at det har blitt dramatiske endringer – og denne gangen kan det gå i motsatt retning for 2012-budsjettet. Ville det ikke vært mer realt om Stortinget faktisk fikk påvirket budsjettet, sånn at en tok inn over seg den siste informasjonen som foreligger? seg den siste informasjonen som foreligger? Det er siste dagen i dag når det gjelder debatt i Stortinget om budsjettet for 2011, så kommer vi tilbake til 2012. Jeg hadde i grunnen ikke tenkt – jeg holdt på å si – å svare på en annen måte enn at det virket høflig. Men det er faktisk ganske viktig å høre etter hva jeg sier, for jeg sa at budsjettet for 2012 har tatt høyde for usikkerhet. Men samtidig har vi sagt at vi også har høy beredskap dersom ting skulle gå fra vondt til verre. Tilfeldigvis fant jeg på pulten min et avisutklipp fra Norsk Telegrambyrå, datert 16. november 2011. Der står det: «Frps alternative statsbudsjett for 2012 er skrudd sammen på en helt annen måte enn regjeringens, men partiet holder seg formelt innenfor handlingsregelen – Helt tilfeldig. Det bare ble slikt, forsikrer partiets nye finanspolitiske talsmann, Ketil Solvik-Olsen.» Det er altså budsjettarbeid etter innfallsmetoden!
Ja, det kan være mange tilfeldigheter i norsk politikk. Mitt spørsmål knytter seg til lønnsoppgjøret for 2012, som finansministeren allerede har vært inne på i sitt innlegg og sitt svar, nemlig faren for at vi kan stå overfor en todeling – med skjermet sektor og Jeg er selvsagt klar over at de anslagene som ligger for lønnsoppgjøret, ikke er politisk fastsatt. Samtidig vil de ha veldig sterke føringer. Det er føringer for statsbudsjettet, for kommunenes budsjetter, og det kan i seg selv skape forventninger om hva som skal komme. Derfor er det viktig hvilken holdning finansministeren og regjeringen gir uttrykk for – om man mener at 4 pst. vekstanslag er akseptabelt, eller om man mener det er for høyt. Er tiden inne til å nedjustere anslagene for lønnsoppgjøret til neste år av hensyn til trygge arbeidsplasser? Som jeg også sa i innlegget mitt, vil det vi nå ser ute i Europa, der en nedjusterer vekstanslagene, også kunne slå inn over norsk økonomi. Det betyr at vi også må kunne påregne en noe lavere vekst i norsk økonomi – det er utgangspunktet. De anslag som en gir i nasjonalbudsjettet, er jo de beste anslag på det tidspunktet, gitt de forutsetninger som en ser for utviklingen i norsk økonomi. Vi kommer ikke til å komme med noen nye anslag, verken på vekst eller lønn, før i revidert nasjonalbudsjett. Jeg tror det er viktig å understreke at det en nå ser, med utfordringer for norsk eksportindustri vil kunne få konsekvenser for inntektsoppgjøret. Men jeg har tillit til at partene klarer å håndtere det i et godt og fornuftig inntektsoppgjør når vi kommer litt ut på nyåret.

Anser han det som mer sannsynlig at han kommer tilbake med budsjettjusteringer før revidert budsjett, eller det motsatte? På Hedmark har vi et uttrykk når vi liksom ikke får helt napp på fisketuren, at det der var «en leifisk». Det er et vanskelig spørsmål som representanten Syversen stiller, det er nesten umulig å spå om framtiden, og særlig på bakgrunn av den usikkerheten som er ute i Europa, og det vi nå ser i verdensøkonomien. Men det representanten Syversen kan være ganske trygg på, er at hvis situasjonen går fra vondt til verre – hvis det blir nødvendig å komme med tiltak – er vi beredt til å handle raskt. Men det er situasjonen og hva som skjer, som vil avgjøre det. Det er i grunnen det beste svaret jeg kan gi nå.

Kommunene har nemlig, som følge av KRDs regnskapsregler for pensjon, i realiteten levd på forskudd og inntektsført 22,4 mrd. kr i driftsbudsjettet i perioden 2002–2010. Dette må dekkes inn gjennom en periode på 15 år. Dette bekymrer kommunene ute veldig, og det bekymrer også KS. Så mitt spørsmål til finansministeren er: Hvilke vurderinger gjør han seg rundt dette? Først vil jeg svare på et spørsmål som representanten Tenden stilte i innlegget sitt, ikke det skal stå ubesvart. Ja, det er ganske krevende å anslå kvoteprisen i 2012. Vi skal selvsagt jobbe videre med det for å se på muligheten for å gi de best mulige anslag på det området, og så har vi da den store vurderingen av anslag totalt sett. Men det er krevende, og det er klart at det er en utfordring at prisen nå er så lav. Når det gjelder pensjonskostnader og pensjonsutgifter i kommunesektoren, så lav. Når det gjelder pensjonskostnader og pensjonsutgifter i kommunesektoren, gjenspeiler dette flere ting. Det gjenspeiler bl.a. den sterke veksten vi har sett blant de kommunalt ansatte de siste årene som følge av at det er satset på viktige velferdstjenester – barnehager, eldreomsorg og andre ting. Det gjenspeiler også lønnsveksten i kommunesektoren, så det er flere forhold som vi her må ta tak i. det jeg kan si, er at dette er et forhold som regjeringen er opptatt av, for vi ser at det legger betydelige belastninger på kommunesektoren. Dermed er replikkordskiftet omme. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Det er jo ganske bemerkelsesverdige tall som egentlig ligger framme, og det skal vi alle glede oss over, det er flere som har vært inne på at nysalderingen ikke skal være en omkamp om budsjettet. Jeg hører også med til dem som tror at de signalene vi sender ut under den opprinnelige budsjettbehandlingen, er ganske viktige. Det å gjøre det mer ekspansivt eller mindre ekspansivt vil faktisk være signaler som fanges opp. Nettopp derfor tror jeg det med troverdigheten i tallene og grunnlaget som legges i den opprinnelige budsjettdebatten, er veldig viktig. Vi har tatt fatt i i fellesskatten og anslagene for det i en merknad – vi har vel å merke holdt oljeskattene utenom, for det er allment kjent at det å forutsi oljeprisen i hvert fall ikke er noen enkel øvelse. Men nettopp derfor er det ganske overraskende at anslagene i fellesskatten nesten er like usikre, for det er ikke små justeringer vi snakker om. Justeringene i fellesskatten for Fastlands-Norge, altså Justeringene i fellesskatten for Fastlands-Norge, altså den verdiskapende virksomhet i Fastlands-Norge, går fra 169 til 196 mrd. kr – 27 mrd. kr, det er 15 pst. justering – og det i en økonomi hvor vi sier at det er en stor offentlig sektor som stabiliserer dette ganske kraftig. Da kan man jo nesten budsjettere skatteinngangen på krona.

svar, så jeg bare håper det utvalget jobber godt. Men det setter litt av skattedebatten i et underlig lys, for jeg tror det ligger mye dynamikk her – også som vi ikke kjenner. Vi har mye debatt rundt skatt på arbeidende kapital. Jeg mener det mangfoldige private eierskapet er en av de viktigste driverne bak en del av de utfordringene som også finansministeren er inne på, det todelte Norge og dette med produktivitet, som er noen av de største utfordringene vi har. Der tror jeg at det kapital bare er under en fjerdedel av den justeringen vi nå foretar i skatteanslaget for fellesskatten, setter det litt av debatten i et perspektiv. Jeg mener faktisk det er en så ødeleggende skatt at vi burde kunne få den bort fra den retoriske debatten og kanskje mer over på hvordan vi styrer det norske samfunn framover, slik at vi øker den framtidige velferden.

Norske bilister betaler allerede mye mer inn i bilavgifter til staten enn det staten bruker på vei, og det er grovt urettferdig at bilistene på toppen av dette må betale en ekstraskatt i form av bompenger for å få bygget veier. Bompengene øker kraftig fra år til år. I 2009 var bompengeinntektene på 5,6 mrd. kr. I 2010 hadde bompengeinntektene økt med 10 pst. til 6,2 mrd. kr. Bompengene kommer dessuten bare til å øke og øke i så lenge Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet nedprioriterer statlige penger til nye veier. Dette så vi allerede da Stortinget behandlet Nasjonal transportplan, og flertallspartiene – SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet – forventet at bilistene i form av ekstraskatt i perioden 2010–2019 skal betale inn hele 60 mrd. kr ekstra. Men med innkrevingskostnader og renter på toppen blir nok regningen dessverre langt større for bilistene i Norge.

Regjeringspartiene har jo lånt bort 61 mrd. kr av oljefondet til våre naboer i sør, slik at Tyskland kan bygge stadig flere nye og trygge veier. Renten på lånet er faktisk 1,8 pst. Hadde det ikke vært flott å få gode veier i dette landet også, i stedet for at Norge i enhver sammenheng skal fremstå som en global julenisse? Det er dessverre liten sjanse for at Fremskrittspartiet får flertall for å slette bompengegjelden. Alle de andre partiene – fra SV til Høyre – synes at bompenger er bra, og at hverdagsbilistene skal straffes for å holde Norge i gang. investering i livskvalitet og trygghet. Stadig flere land har bedre infrastruktur enn Norge. Albania hadde i årevis Europas tregeste trafikk mellom sine største byer, men nå har de faktisk passert Norge, slik at vi sitter igjen på jumboplass mens resten av Europa fyker fra oss i høyt tempo. En av grunnene til dette er at de andre partiene i dette landet insisterer på bompengefinansiering av store prosjekter, i

det å late som om det ikke finnes en helhet i det, er freidig. Fremskrittspartiet har et dokument på nesten 100 sider som viser hvordan vi omprioriterer, hvordan helheten finnes. Det at Arbeiderpartiet ikke liker den helheten, kan jeg leve godt med, men den finnes. Det at vi bruker 1 mrd. kr mer enn regjeringen i 2012-budsjettet, er et faktum. Det tallet – er det en tilfeldighet at det bare er én milliard kroner og dermed innenfor handlingsregelen? Det kunne like godt vært 1,1 mrd. kr, eller 0,9 mrd. kr. Vi går ikke rundt og later som om det finnes en millimeterpresisjon. Men det er ikke tilfeldig at det er 1 mrd. kr i stedet for 100 mrd. kr. Det er ikke tilfeldig at det er 1 mrd. kr i stedet for 10 mrd. kr. Så dette har ingenting med innfallsmetoden å gjøre. Finansministeren hevder fortsatt at budsjetteringen hans er godt tilpasset den økonomiske situasjonen. Det er litt spesielt når et budsjett som ble framlagt i oktober, da en trodde på stor vekst, da en trodde på stor vekst, er like godt i den økonomiske situasjonen som man to måneder senere ser kan gå mot større arbeidsledighet, en kraftig nedgang i økonomiske konjunkturer. Da blir dette dessverre bare en floskel, og det burde vi holde oss for gode til. Vi bør forholde oss til realiteter. Det er også ganske spesielt når statsråden selv – i brev til undertegnede 7. desember innrømmer at det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet ikke påvirkes av om det investeres 50 mrd. kr mer enn planlagt på norsk sokkel. Da viser det at budsjetteringen her blir ganske omtrentlig, og da bør en i hvert fall være forsiktig selv med å tillegge andre en millimeternøyaktighet med hensyn til hva en forventer. I budsjettet for 2011 la Fremskrittspartiet inn beregninger som viser at en antok dynamiske effekter som følge av skatte- og avgiftslettelser. Jeg er fullt ut åpen for at vi kan diskutere hvor store de effektene er, og at de effektene er ulike avhengig av hvilke avgifter og hvilke skatter vi snakker om. Noen avgiftslettelser kan ha store dynamiske effekter, andre vil ha små – tilsvarende på skatt. Det var litt interessant at komitéleder Torgeir Micaelsen 25. november i fjor sendte et brev til SSB og spurte om det i det hele tatt var mulig å gjøre beregninger på dynamiske effekter. Det laget han veldig mye oppstyr om. Men da han fikk svaret den 12. desember i fjor, hørte vi ingenting. Da bekreftet SSB at det var faktisk mulig å diskutere tallene, men at Fremskrittspartiet gjorde det, hadde SSB ingen problemer med. Derfor er det òg litt spesielt når samme komitéleder òg i denne debatten i år og i budsjettet for 2012 har snakket om at Fremskrittspartiet gjør uansvarlige ting, når SSB faktisk bekreftet det motsatte i fjor.
Det har tidligere en rekke ganger blitt påtalt når en bruker ordet «floskel» som beskrivelse av standpunktene til politiske motstandere. Det er fremdeles ikke et parlamentarisk uttrykk. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 8. Ingen har bedt om ordet. Da er

årets siste møte vi nå er i ferd med å avslutte, vil presidenten få lov til å markere det med å ønske god jul. Vi har lagt bak oss et veldig spesielt halvår, der nasjonen ble satt på prøve, og jeg vil takke alle partiene og alle Stortingets representanter for de bidrag som er gitt for å håndtere den saken på en god og verdig måte

juleferie. Vi kommer alle til å feire jul sammen med våre nærmeste, men jeg håper og tror at vi i hver vår julefeiring i jula i år kommer til å ha våre tanker hos alle de skadde, de overlevende og ikke minst de etterlatte etter terroren 22. juli. Våre tanker og kommer også til å være hos dem i julehøytideligheten. Jeg ønsker alle en fredfull jul og et godt nytt år. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.